Helleland. Mitt spørsmål går til næringsministeren. «Dette er en wake up-call», «det haster å komme i gang», «Nå skal vi ut av seminarrommene», «det jobbes på høygir», «Nå er det action», «Dette kan vi løse hvis vi vil». Det har ikke manglet på store ord fra næringsministeren, men da regjeringen la fram den store satsingen på havvind, viste den seg å være en og halvert versjon av det som den forrige regjeringen hadde varslet. Mitt spørsmål til statsråden er: Hvor gikk det galt? Det som eventuelt har gått galt i havvindsatstingen, er at man på Høyres vakt klarte å bygge to flytende havvindturbiner, og med det tempoet tar det et par hundre år før vi er oppe og kjører. Det regjeringen nå gjør, er at vi setter opp tempoet. Vi har besluttet at Utsira Nord skal tildeles etter en kvalifikasjonskonkurranse. Vi har gitt i oppdrag å lete langs hele kysten vår for å finne ut hvor vi kan bygge ut mer flytende havvind. Vi bedrer støtteordningene for flytende havvind. Vi har avklart hvordan Sørlige Nordsjø II skal konsesjonsbehandles. Det jobbes på spreng i Olje- og energidepartementet for å se på om man også kan kjøre parallelle prosesser for å ta inn tid. og energidepartementet for å se på om man også kan kjøre parallelle prosesser for å ta inn tid. Mens Solberg-regjeringen la opp til at man skulle være i gang med offshore vindkraft i 2030/2031, har statsminister Støre vært veldig tydelig på at vi skal være godt i gang før dette tiåret er omme – og det haster. Vi trenger flere grønne elektroner. Vi kan bygge en enestående industri, med offshore-fagarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse fra 50 år med olje- og gassindustri. Nå haster det med å komme i gang, og det er vi i full gang med. Siden representanten også stilte spørsmål om hva annet vi gjør, kan jeg si at vi også jobber med en lang rekke andre prosjekter Vi lanserte for to uker siden vår eksportreform, Hele Norge eksporterer, som har blitt tatt svært godt imot av næringslivet. Der er også havvind en av de første strategiske nasjonale satsingene. Vi er i gang med å forenkle virkemiddelapparatet og har allerede lansert én dør inn-løsningen, som skal gjøre det enklere for bedrifter å finne fram i virkemidlene. I statsbudsjettet vi hadde tre uker på å justere i høst, satte vi sammen en pakke som i år vil mobilisere 3 mrd. kr mer i grønne investeringer. Det trengs, for det er et stort etterslep i den grønne omstillingen. Vi jobber også med en lang rekke andre prosjekter som jeg håper det blir rikelig anledning til å komme tilbake til i løpet av denne spørretimen.

reindustrialiseringen av Norge. Høyre mener også at det kan skape mange arbeidsplasser. Aktørene står klare til å sette i gang, har næringsministeren uttalt. Men utbyggerne mener at utbygging av havvind er ulønnsomt så lenge markedet ikke blir tatt i bruk, og hybridkabler ikke bygges. Senterpartiet har så langt vunnet tas i bruk. Finansministeren uttalte på mandag at det skal gå én radial direkte til land og vi skal ikke ha noen nye kabler så lenge vi styrer. Hvorfor er det viktigere for næringsministeren å tilfredsstille Senterpartiets proteksjonistiske holdninger fremfor å la norske selskaper og norsk industri få ta i bruk arbeidsplasser? Det er ingen ambisjon som halveres. Vi går hurtigere i gang med de første 1 500 MW på Sørlige Nordsjø. Der har vi sagt at vi tar elektronene til land. Det er det veldig gode grunner for. Når jeg reiser rundt og møter norsk industri over hele landet, har de én hovedbekymring, og det er at det framover ikke vil være nok tilgang på ren og rimelig fornybar energi. Det som har vært fortrinnet til Norge siden Kristian Birkeland og Sam Eyde dannet Norsk Hydro i 1905, er nå i ferd med å forvitre fordi det ikke har vært bygget ut nok fornybar energi de siste årene, også på Solberg-regjeringens vakt. Derfor trenger vi de grønne elektronene til land først.